for å unngå uklarhet om i hvilke situasjoner det faktisk er mulig å påberope seg nødverge. Fram til man fikk den formuleringen som gjelder i dag, hadde man en rettstilstand som åpnet for felling av vilt under direkte angrep på bufe og tamrein – altså den formuleringen man har i dag. Men fram til man fikk den, hadde man en lov som åpnet for felling i langt større grad enn det som var ønskelig. I prinsippet kunne da alle rovdyr som befant seg i nærheten av beitende dyr, avlives med henvisning til nødvergebestemmelsen. Dagens ordlyd er altså et resultat av en innstramming som ble gjort i 1993 for å klargjøre rettsstatus. Det var en uklarhet som bl.a. ble påpekt av Høyesterett. Når det nå fremmes en proposisjon hvor hensikten er å liberalisere nødvergebestemmelsen, er det som ett av flere tiltak for å redusere omfanget av skader på Bestandssituasjonen for enkelte av rovdyrartene er nå slik at terskelen kan senkes, og liberaliseringen skjer for å gi den enkelte bonde og gårdbruker større trygghet for og bedre mulighet til å beskytte dyrene sine. Samtidig er det viktig at det skjer på en slik måte at vi unngår de uklarhetene som vi hadde før loven I hovedsak går forslaget ut på at dersom bestanden av jerv, gaupe og bjørn i en treårsperiode ligger klart over det målet som er fastsatt av Stortinget, skal adgangen til å felle utvides. Da kan felling skje for å fjerne en umiddelbar og betydelig fare for skade på bufe, tamrein og gris – til forskjell fra dagens bestemmelse om at det bare kan felles under direkte angrep. Ligger bestandsmålene i en treårsperiode klart under, blir adgangen strammet inn igjen. For bjørn lages det en overgangsordning som gjør at fellingsadgangen utvides første gang bestandsmålet nås. Det er mange som har vært opptatt av om bestemmelsen kommer til å være anvendbar for folk når de er ute – forståelig nok. Enkelte har prøvd å framstille det som om man med denne nye bestemmelsen må inn på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning og nærmest bestandssituasjonen dag for dag, før man går ut. Jeg synes det er riktig å påpeke at vi her snakker om treårsperioder. Bestandstallene for jerv og gaupe har ligget klart over bestandsmålene lenge, og det er en stabil situasjon. Det folk må forholde seg til etter dagens vedtak, er altså at det blir en lavere terskel for å avlive jerv og gaupe, fordi det er mange av dem. De kan skytes før det er snakk om et direkte angrep. Så har det vært høringsinstanser som i høringsrunden har vært opptatt av at nødvergebestemmelsen burde skrives over samme lest som nødvergebestemmelsen for person. Det er også i og for seg forståelig, og den formuleringen som er foreslått i proposisjonen, er derfor tilpasset og langt på vei sammenfallende med nødvergebestemmelsen for person. Men det er fortsatt en noe videre adgang til å avlive når en person står i fare i forhold til når f.eks. en sau står i fare, og det tror jeg de fleste synes er helt naturlig. Det har vært reist spørsmål om hvorvidt denne liberaliseringen innebærer en faktisk liberalisering, bl.a. med henvisning til den såkalte grisebingesaken, hvor Høyesterett har tolket dagens bestemmelse i liberaliserende retning. Komiteen har som et resultat av det sendt spørsmål til Justisdepartementets lovavdeling, som konkluderer med at det er en faktisk liberalisering som skjer med dagens vedtak. Det blir også gitt en utvidet adgang til å felle rovdyr, uavhengig av art, som befinner seg innenfor rovdyrsikkert hegn. Det mener vi er riktig, og det kan dessuten stimulere til at flere velger å sette opp slike gjerder. Det ville være bra. Spørsmålet om å gi adgang til å avlive i nødverge for å beskytte hund er ikke innlemmet i dette og det har vi ingen problemer med å forstå. Vi har også sett de erfaringene man har i Sverige etter forsøksordningen med nødverge for hund, hvor de har valgt å gjøre dette til en permanent ordning. Så vi ser fram til at regjeringen så snart som mulig kommer tilbake til Stortinget med en sak om nødverge for hund. Proposisjonen har også et forslag om at det gis hjemmel til å regulere og også forby bruk av åte for jakt-, fangst- og fellingsformål. bruk av åte for jakt-, fangst- og fellingsformål. Bruk av åte kan i noen tilfeller være hensiktsmessig under jakt, men jeg tror det er få som ønsker seg en utvikling hvor det blir vanlig å legge ut åte f.eks. i forbindelse med fototurisme. Da kan vi fort få en situasjon hvor store rovdyr begynner å bli vant til menneskelig aktivitet, og utvikler en unaturlig atferd som potensielt kan være farlig. Endringa i naturmangfaldlova og

Slik det framstår, er det etter manges meining blitt ei teoretisk-akademisk øving for spesielt interesserte. Ordet «umiddelbart» og definisjonen av det og av «betydelig» vises som eksempel. Heller ikkje Bondelaget framstår som nokon varm forsvarar av fleirtalsinnstillinga, og vi viser i den samanhengen til Bondelagets notat til komiteen av 22. mars 2010. miljøkomiteen i brev til statsråden ber om ei avklaring i omgrepa og spør seg om dette er ei reell liberalisering, så viser det at formuleringa er av ein slik art – eller kanskje ein kan seie natur – at det ikkje er for folk flest å forstå. Så dette kan vi umogleg vere tente med. Og vi veit alle at dersom ein husdyreigar kjem opp i ein nødssituasjon som krev handling, så er det lite rom til å ringe ein jurist for å få klarlagt om situasjonen er innanfor nødverjetolkinga eller ei. Den gjeldande haldninga i regjeringa om aktivt husdyrhald og rovdyrrevir innanfor dei same geografiske områda har vist byttedyr. Regjeringas tru på førebyggjande og konfliktdempande tiltak er vanskeleg å overføre til ulv, bjørn, jerv og gaupe på jakt etter mat, og talet på godkjende erstatningar nærmar seg no rekordhøge 55 000. Ja, når vi kan lese i media at til og med biskopane no ber for husdyra, så må det ringe ei bjølle – eller ei klokke, alt Men så skal det også seiast at myndigheitene sin vilje til å gje løyve til å felle skadedyr, fleire gonger har avgrensa skadeomfanget. Men også der blir utmarksnæringane i for stor grad svikta, blir det hevda. Ein er for treg til å gje fellingsløyve, og når ein endeleg får det, blir det ei svært tidkrevjande og kostbar sporing. Dette må ein bli betre på, og det skulle ikkje vere for krevjande, sett i lys av dei skadane og

Og så presiserer fleirtalet at formålet er å bidra til å skape ein større grad av tryggleik for husdyreigarane. Det er nesten så ein ikkje trur det ein les. Framstegspartiet vil peike på at nødverje aldri er meint å vere ein del av den aktive bestandsforvaltinga av store rovdyr og at lovvedtaka derfor må gjerast uavhengige av den gjeldande bestandssituasjonen for den På møter som eg har hatt med utmarkskommunar og næringsdrivande samt privatpersonar, er raseriet og frustrasjonen over å ikkje bli lytta til, påtakeleg. Moglegheita til å hauste av det naturen har å gje, og rammeverket og moglegheitsrommet ein blir gitt, går rett og slett ikkje saman. Dei som lever i rovdyrområda og henter sitt inntektsgrunnlag frå naturbaserte næringar, opplever trykket frå rovdyra som ein trussel mot si leveform, mens verneinteressene meiner folks leveform må vike for rovdyra sin plass i naturen. Lat meg berre med ein gong slå fast at sympatien vår er på den lokale næringa og husdyra si side. Vi må sørgje for gode nok rammevilkår for dei som prøver å oppretthalde eit levebrød i Distrikts-Noreg. Sentraliseringsstraumen er kraftig nok som den er. Dagens regime med bestandsdeling på rovvilt er for lengst passé, lidingane til bufeet og legitimiteten til rovviltet fortener eit oppdatert og oppegåande forvaltingsregime. Avslutningsvis nokre ord om åte. Framstegspartiet har inga tru på lovregulering som verkemiddel ved bruk av åte. Framstegspartiet meiner at bruk av åte og fôring av vilt allereie er godt regulerte, og at saksområdet eignar seg betre for informasjon og rettleiing enn lovreglar. Det bør også vurderast opp mot dei moglegheitene det er for å etterprøve/kontrollere om det eksempelvis er eit utlagd åte eller dyrekadaver som har enda opp der av naturlege grunner. Avslutningsvis tek eg opp Framstegspartiets forslag i saka. Da har representanten Oskar Jarle Grimstad tatt opp forslaget han refererte til. Rovviltpolitikk og handheving av den er

og ikkje sentralstyrt av eit byråkrati fjernt frå der problema er og med stor avstand til dei det gjeld. I komiteen sine merknader til rovviltmeldinga i 2004 heiter det: «Komiteen mener livskvalitet og bosetning og næringsutvikling i distriktene må tas hensyn til ved forvaltningen av rovdyrene. Forvaltningen må etter komiteens syn gjennomføres på en måte som skaper tillit mellom lokalbefolkningen og regionale og sentrale myndigheter.» Dette er kloke ord.

og betydeleg fare for skade på bufe, tamrein og gris. Høgre meiner, i motsetning til regjeringa, at nødverjeretten må gjelde tilgang til å avlive i nødverje ved angrep også frå ulv. Det er underleg å sjå den openlyse usemja som er i regjeringa også på dette området. I Aftenposten sist veke kunne vi lese at statssekretær Heidi Sørensen uttaler at terskelen for å ta ut skadedyr allereie er låg, medan landbruksminister Brekk uttaler at formuleringane i Soria Moria II er eit klart signal om at terskelen skal senkast. Statsråden uttaler at det skal vere høve til å skyte ulv som angrip hund. Det er ikkje det som står i denne innstillinga. Regjeringa si handsaming av denne saka nærmar seg ein parodi. Det primære målet med eit utvida nødverjevedtak er å bidra til større tryggleik for husdyreigarane. dei raud-grøne partia vil utsetje dette spørsmålet på nytt, og at dei framleis er like handlingslamma i rovviltpolitikken. På strekninga mellom Halden og Trysil blir det rapportert om stadig fleire angrep og drap på hund. på hund. På Bokerød i Østfold vart ein hund drepen av ulv heime på tunet på garden. Det var barna i familien som fann hunden. Ulven hadde gått forbi tidlegare på dagen, og dei hadde prøvd å skremme han bort. Likevel kom ulven tilbake og drap hunden. Mange stader kan ein ikkje gjennomføre jakt med hund på grunn av faren for ulveangrep. Dette er også eit godt døme på korleis mange får øydelagd viktige rettar på grunn av ulven. Den 11. oktober vart det drepe ein elghund i Halden,

sidan hundane som er mest utsette, vil vere langt unna eigaren. Likevel er det svært viktig at jegeren veit at han kan reagere, og i Halden kunne livet til familiehunden truleg ha vore redda. Argumenta om at hundar skal bli brukte som påskot for å felle ulv, er hårreisande, etter mitt syn. Det vitnar om kunnskapsløyse og manglar rot i verkelegheita. Dei som vil drive ulovleg ulvejakt, bruker heilt andre metodar. Det viktigaste verkemidlet for å få respekt for lova er å vise respekt for innbyggjarane som skal leve etter desse lovene. Då får vi også tillit til politikarar og byråkratar som skal lage lover og handheve ei fornuftig forvalting av rovviltet vårt. Til slutt vil eg fremje forslaget frå Høgre og Kristeleg Folkeparti. Representanten Bjørn Lødemel har tatt opp det forslaget han refererte til.

Det er likevel ikke overraskende at opposisjonen går rett inn i polemisk modus, og spesielt Fremskrittspartiet holder innlegg der en skulle tro at målet var en liberalisering i adgangen til å felle rovdyr i seg selv – at det altså er liberaliseringen som her er poenget, og ikke at forvaltningen er god og til å leve med for alle. Forsikringer fra Justisdepartementet hva angår lovtolkningen, ser ikke ut til å spille noen særlig rolle for Fremskrittspartiet. Å gjøre bestandsmålene helt uavhengige av adgangen til å felle f.eks. ulv i nødverge, slik Fremskrittspartiet snakker om, lar seg vanskelig gjøre i praksis så lenge det er en truet art vi snakker om. Små endringer i uttak kan få store konsekvenser for bestanden. Internasjonale forpliktelser pålegger oss å ivareta slike bestander. Det er lett for Fremskrittspartiet å overse det, men det ville vært mindre klokt av en ansvarlig regjering å gjøre det. Jeg kan ikke unngå å kommentere selve debatten, for jeg stiller meg selv spørsmålet: Er vi tjent med den krigerske stemningen høyresiden legger opp til? Begreper som rot i verkelegheita» brukes altså om en proposisjon som medfører en liberalisering av lovverket. Hva ønsker Høyre å oppnå med den ordbruken? Er vi tjent med at stortingspolitikere karakteriserer statlige etaters ansatte i hver eneste skrivebordsfolk, caffè latte-folk, har aldri sett en scooter, har aldri sett rovdyr, har aldri satt beina sine utenfor en by? Oppnår vi større tillit og legitimitet i forvaltningen av det? Dette er spørsmål høyresiden burde ha stilt seg før de går inn i den voldsomme, polemiske og karikerte modusen, som, etter mitt syn, forhindrer en seriøs debatt om rovdyrforvaltning.

Ein treng ikkje vere veterinær for å forstå kva lidingar dyret er påført etter eit slikt angrep. Ein treng heller ikkje å vere psykolog for å forstå at dette gjer eit sterkt inntrykk på dei som eig dyra, og som sjølvsagt er glade i dyra sine. Vidare er det lett å forstå at foreldre blir utrygge når dei må sleppe barn ut på ein skuleveg der det i periodar dagleg blir observert bjørn. Eg har stor respekt for folks ynske om å beskytte både seg sjølve og husdyra sine. Ein effektiv naudverjerett er heilt avgjerande for at rovdyrforvaltinga skal ha legitimitet blant lokalbefolkninga i område der det er både beitedyr og rovvilt. Derfor har Senterpartiet vore pådrivar for at naudverjelovgjevinga skal liberaliserast i forhold til det som er dagens lovverk. Vi er kjende med at enkelte har stilt spørsmål om i kva grad forslaget vi diskuterer i dag, inneber ei liberalisering i forhold til praktiseringa av dagens lovverk.

Forslaget vil innebere, som dei skreiv, ei utviding av høvet til å felle jerv, gaupe og bjørn for å verne bufe, tamrein og gris. Om det likevel skulle vise seg at den nye lova ikkje gjev utslag i endring av rettspraksis, er vi sjølvsagt nøydde til å ta saka opp i Stortinget på nytt. Eit sentralt spørsmål er enno uavklart, nemleg om hund skal innlemmast i Senterpartiet sitt syn er klart. Vi ynskjer ein sterkare naudverjerett også ved åtak på hund, og derfor ynskjer vi ei snarleg avklaring også av dette spørsmålet. Vi hausta kritikk i salen i dag både frå Høgre og Framstegspartiet med omsyn til rovdyrpolitikken og Senterpartiet sine standpunkt. Eg må seie at mens Framstegspartiet trass i alt har ei har meint det same – klarer eg ikkje å unngå å bli svært overraska over Høgre si åtferd i fleire av debattane i denne salen. Her har vi altså ei fullstendig anna politisk holdning enn det dei hadde for berre få år sidan, då dei satt i regjering, på område som naturvern, vassdragsvern – som vi tidlegare har diskutert, og igjen skal diskutere i denne komiteen på område som naturvern, vassdragsvern – som vi tidlegare har diskutert, og igjen skal diskutere i denne komiteen – og også strandsona og rovdyr. Då vi forhandla rovdyrforliket i denne salen, ynskte altså Høgre fem fleire ynglingar av bjørn. Det var Arbeidarpartiet som forhandla ned talet på rovdyr, frå det som var Høgre sitt utgangspunkt den gangen, noko som f.eks. ville medført eit femtital fleire bjørnar enn det vi har i dag. Sjølv om både eg og Senterpartiet likar Høgre betre enn det som er regjeringsstandpunkta deira, synest eg dette er merkeleg. Men fasiten her må jo vere at vi alle set alle klutar til for å sikre at Høgre nettopp kan halde fast ved desse holdningane sine, og dermed får fortsetje i opposisjon. Formålet med den foreslåtte endringen av nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven er

av Bondelagets notat til komiteen av 22. mars 2010, hvor de skriver at formuleringen i lovforslaget er sammenfallende med adgangen til nødverge allerede etter gjeldende rett i dag. Bondelaget henviser for øvrig også til den såkalte grisebingesaken, hvor det presiseres at «direkte angrep» også omfatter tilfeller hvor et angrep er «umiddelbart forestående». Lovforslaget, slik det foreligger, innebærer tilpasning av lovverket til gjeldende rettspraksis og er etter min oppfatning i liten grad å regne som en liberalisering. Kristelig Folkeparti er en sterk forsvarer av at vi fortsatt skal ha plass til de store rovdyrene i norsk natur. Vi skal etterleve våre internasjonale forpliktelser, og vi skal heller ikke skyve ansvaret for det over på andre land. Det er i dag store motsetninger mellom næringsdrivende i utmarkskommunene og rovviltforvaltningen. Kristelig Folkeparti mener det er viktig å få på plass et lovverk som i større grad bidrar til å legitimere rovviltforvaltningen over hele landet. I innstillingen til rovviltmeldingen i 2004 uttalte komiteen:

veldig polariserte debattene som oppstår om dette temaet. En god rovdyrpolitikk ligger i å drive en forvaltning som balanserer hensynene med klokskap. Det krever evne til å lytte, det krever smidighet, lytte, det krever smidighet, og det krever et godt skjønn av dem som skal forvalte denne politikken. For meg er det åpenbart at det ikke er klokskap som har preget håndteringen av denne saken fra departementet og regjeringens side, når man ender opp med en som er et veldig følsomt tema i rovdyrdebatten – og med et så komplisert og konfliktdrivende prinsipp som den endelige konklusjonen. Det primære målet med en utvidet nødvergebestemmelse er å bidra til større trygghet for husdyreierne. Dessverre imøtekommer ikke lovendringsforslaget fra regjeringen det.

Høgre meiner også at det generelt må opnast for avliving av jerv, gaupe, bjørn og ulv når avlivinga blir vurdert som påkravd for å fjerne ein aktuell og betydeleg fare for skade på bufe, tamrein og gris. Høgre meiner, i motsetning til regjeringa, at nødverjeretten må gjelde tilgang til å avlive i nødverje ved angrep også frå ulv. Det er underleg å sjå den openlyse usemja som er i
har vært, er og vil være å utvise den nødvendige klokskap for å balansere politikken best mulig – ikke slik at alle blir fornøyd, men slik at vi verner rovdyrene i norsk natur på en måte som i størst mulig grad er til å leve med for dem som berøres i lokalsamfunnene. Det krever klokskap, men de konklusjonene man har kommet fram til her, er dessverre ikke et godt bidrag i så måte. Det er

Vi får også en rekke nye problemstillinger her, f.eks. er tilsiget av villsvin i Sverige koblet til at de fôres av mennesker. Når det gjelder nødverge, innebærer lovforslaget at beitebrukere og dyreeiere får bedre muligheter til å beskytte dyrene sine mot rovviltangrep. Lovendringen gir også ny beveggrunn til å oppføre rovdyrsikre gjerder. Slike gjerder er et effektivt og godt tiltak for å forhindre rovviltskade, selv om det selvsagt har andre negative sider. Bestemmelsen som foreslås om nødverge, innebærer en liberalisering av fellingsadgangen når bestanden av jerv, gaupe og bjørn over tid har vært klart over bestandsmålet. For bjørn foreslås det i tillegg en overgangsbestemmelse som sikrer utvidet adgang til å felle bjørn første gangen bestandsmålet nås. Siden bestanden av jerv og gaupe over tid har vært over bestandsmålet, vil liberaliseringen tre i kraft så snart lovendringen er vedtatt og Kongen har gitt forskrift om utvidet fellingsadgang. Den utvidede nødvergebestemmelsen vil ikke omfatte ulv. Selv om man nå ser ut til å nærme seg det bestandsmålet som er fastsatt av Stortinget, er likevel den norske ulvestammen liten og sårbar, og små endringer i antallet uttak kan få store konsekvenser for om man når bestandsmålet. Det vil bli utvidet adgang til å felle rovvilt innenfor rovdyrsikkert gjerde, uansett type. Når det gjelder hund, vil det bli arbeidet videre med spørsmålet om den skal innlemmes i nødvergebestemmelsen. Vi vil komme tilbake til den saken, bl.a. basert på erfaringene fra Sverige. Dette er en gjennomgang av det som er saken her. Men siden både Høyre og Fremskrittspartiet, som Snorre Serigstad Valen påpekte, bruker kolossalt sterke ord i denne debatten og har brukt det i tidligere debatter, åpenbart under prinsippet «svake argumenter, skru opp volumet», og kommer med den ene karakteristikken etter den andre av regjeringspartiene, vil jeg bare si at det dobbeltspillet – dette er muligens ikke et parlamentarisk uttrykk – som Høyre bedriver, med én politikk i posisjon og en helt annen politikk nå i opposisjon, en helt annen politikk nå i opposisjon, med én politikk som man framfører i håp om å vinne stemmer på bygdene, og med én politikk som man ikke tør å stå på i det øyeblikk man komme til Naturvernforbundets landsmøte eller steder hvor det er andre holdninger, er lite ærerikt. Det som er ærerikt, er et parti som har samme holdning enten man er i Engerdal eller på Naturvernforbundets landsmøte, enten man er i bygd eller by, enten man er i regjering eller i opposisjon. Men et parti som har en tilpasset politikk for hvert av alle disse områdene, vinner i det lange løp ikke befolkningens tillit. tillit. Jeg vil nå sterkt oppfordre Høyre til å ta en gjennomgang for å klargjøre hva som er partiets syn. Har man løpt så mye etter Fremskrittspartiet at man nærmest ikke kan se forskjell, eller ser vi fortsatt det tradisjonelle Høyre hvor det å ta vare på naturen var god konservativ tenkning som ikke minst var symbolisert ved Børge Brende. I alle de miljødebatter jeg har vært med i opp gjennom årene, har Høyre, hvis de har kommet på defensiven i en miljødebatt, sagt én ting: Vi hadde Børge Brende, en sterk, tøff miljøvernminister som kanskje ikke oppnådde de store tingene når det gjaldt klima, men som gjorde store ting på naturvernområdet. Alt jeg har hørt i denne debatten fra Høyre, er et grunnleggende oppgjør med Børge Brende. Tord Lien sa det vel ganske presist, at Børge Brende er det store problemet i miljøpolitikken sett fra Fremskrittspartiets ståsted, mens det nåværende Høyre ikke på noen måte er et tilsvarende problem for Fremskrittspartiet i miljøpolitikken. Tydeligere kan jo ikke den glideflukten man har lagt seg på, beskrives av et annet politisk parti. Nå har vi altså gått igjennom det ene området etter det andre. Vi hører også masse negativt her om vern generelt. Det ene store grepet som Børge Brende tok, var jo å revitalisere nasjonalparkplanen og starte mer vern i Norge. Den hadde ligget og sovet lenge, men så tok Børge Brende den opp igjen og gjorde den til en stor og flott ting. Det er én av de tingene Høyre har skrytt av fram til nå. Men det vi har opplevd nå i rovdyrpolitikken, i strandsonepolitikken, når det gjelder inngrepsfrie områder, kjøpesentre, på nær sagt alle områder, er at Høyre glir vekk fra det Høyre vi kjente da partiet var i regjeringsposisjon med Kristelig Folkeparti, og over til et parti som åpenbart forbereder seg på å regjere med Fremskrittspartiet. Det bør alle folk i Norge som er opptatt av naturvern, merke seg.

berre slik at det er nemnt. Men det var Erling Sande som sa dei på mange måtar forløysande orda under debatten no om nødverje, at dersom rettspraksis viser seg ikkje å gi den ønskte liberaliseringa, får vi kome tilbake til det igjen. Spørsmålet er då: Er statsråden komfortabel med denne type prøve-og-feile-lovforvaltinga som senterpartirepresentanten og komitéleiaren beskriv her? Ja, jeg er 100 pst. komfortabel med hva Erling Sande sier, både i dette og Ja, jeg er 100 pst. komfortabel med hva Erling Sande sier, både i dette og i de fleste andre spørsmål. Selvsagt skal regjeringen til enhver tid være beredt til å komme tilbake til Stortinget dersom det på basis av de vedtak som i dag fattes, oppstår en praksis som vi ikke kan akseptere. Jeg må si at det samarbeidet som Senterpartiet og SV har hatt i regjeringsposisjon, for min del er formidabelt. Det betyr ikke at de to partiene alltid er enige. SV og Senterpartiet kommer fra ulike ståsteder og bringer ulike temaer inn i debatten. For å ta et veldig godt eksempel fra dagens debatt: Vi har klart å finne fram til, selvsagt også sammen med Arbeiderpartiet, en differensiert strandsonepolitikk – det var noe tidligere borgerlige regjeringer i Norge ikke hadde – og det er en måte å nyansere på det strenge vernet vi trenger i Oslofjorden, med den langt mer liberale praksisen vi f.eks. kan ha i storparten av representantens eget hjemfylke, Møre og Romsdal.

Vi har, som jeg til det kjedsommelige har sagt i Stortinget, en dobbelt målsetting i Norge: Vi skal ha rovdyr, og vi skal ha beitebruk – en veldig vanskelig målsetting som veldig få land har. Men på basis av den målsettingen har rovdyrtallet steget slik at vi har nådd bestandsmålene for for jerv og gaupe, og dermed er det mulig å liberalisere nødvergeparagrafen. Hvis mennesker er truet, er det selvsagt en absolutt nødvergerett. Det er aldeles innlysende. I det øyeblikket et menneske er truet, kan man ta i bruk alle midler for å beskytte seg mot rovdyr. Når det gjelder hund, som jeg har sagt, vil vi komme tilbake til basert på grundige undersøkelser av bl.a. hva som er erfaringene fra Sverige. Representanten Lien har anmodet om ytterligere en replikk, og siden det i så fall vil fylle opp replikklisten, så tillater Hvis noen er forvirret over at Fremskrittspartiet nå får to replikker etter hverandre, så har vi fra presidentskapets side prøvd å legge opp til at denne typen levende debatt umiddelbart kan følges opp av dem som hadde den første replikken. Det er forklaringen på det, og derfor kommer Gundersen etterpå. Lien, vær så god. Takk, det setter jeg pris på. Jeg noterer meg at regjeringens talsperson eller ser fram til en reell liberalisering av nødvergeparagrafen, også for hund. Nå vet vi at det er noen ytterst få angrep fra bjørn på hund, men i all hovedsak er grunnen til at hund trenger å være omhandlet av nødvergebestemmelsen, angrep fra ulv. Snorre Serigstad Valen sier at det ikke kan gjennomføres nødverge som inkluderer ulv. Det er to utsagn som står i sterkt motstrid til hverandre, og så kan man gjerne si at det skal vi se på. Men en av disse tar feil. Enten tar Erling Sande feil, som sier han ser fram til en reell inkludering i nødvergeparagrafen av beskyttelse av hund, eller så tar Snorre Serigstad Valen feil, for han sier at det kan ikke innføres nødverge for ulv. Hvilken av disse to talsmennene, som har fundamentalt forskjellige synspunkter,
Jeg kan ikke gå god for disse sitatene, jeg vet ikke om de er dekkende. Det er en kjent sak at Senterpartiet har hatt et klart synspunkt på rovdyrpolitikken. Senterpartiet var ikke med på det rovdyrforliket som Stortinget fattet, og har gått inn i en regjering og kjempet for sine synspunkter der. På veldig mange av disse områdene er det fattet veldig gode

Det jeg har tillatt meg å påpeke i denne debatten, er at det ikke er fullt så ærerikt av Høyre, som var med på rovdyrforliket, å bruke hver dag og time på å bekjempe det forliket som partiet selv var med på å inngå. Jeg må nok si at når jeg hører statsråden hele tiden prøver å bringe fram Børge Brende og Høyre, så minner det meg om at tomme tønner ramler mest. Når det gjelder dobbeltkommunikasjon, bør man egentlig høre på representanter for ekspertisen, for regjeringen er helt avhengig av dobbeltkommunikasjon, og når jeg hører statsråden her i dag, tror jeg Erling Sande i hvert fall ikke kommer til å få oppfylt sitt ønske om en liberalisering på dette området. Det er i og for seg lenge siden jeg har sett at med regjeringens politikk kommer landet til å flomme over av rovvilt, og mange kommer til å få problemer, så det blir nok en enda mer opphetet debatt. Det jeg ikke skjønner, er at man ikke kan se på erfaringene fra Sverige når det gjelder nødverge for hund, for hunden er menneskets beste venn. Det er uhyre sjelden man vil se et angrep på en hund fra ulv. I de tilfellene man ser det, vil det være så langt unna at man ikke har mulighet til å skyte fordi det er tett innpå hunden. Hvorfor er regjeringen så avvisende til å gi nødverge for hund? Spørsmålet om hund skal vi komme tilbake til, og jeg skal ta argumentene grundig på

Men vi har en dobbelt målsetting som Høyre har vært med på. Den er veldig fraværende i debatten om beitebruk og rovdyr. Jeg våger den påstanden at ingen Høyre-talsmann tør å stå f.eks. på landsmøtet i Naturvernforbundet og hevde at regjeringens politikk er at landet skal flomme over av rovdyr. Det er en retorikk, ikke er den sann, er den sann, og den er meningsløs. Det er en retorikk som bare er målrettet inn mot spesielle grupper i Norge, for man tror man kan vinne stemmer på den retorikken. Man tør ikke vedstå seg den samme retorikken når man møter f.eks. norsk miljøbevegelse. Statsråden var veldig opptatt av Børge Brende i sitt innlegg. Det er jo hyggelig for tidligere statsråd Brende at han får et godt skussmål for naturvernpolitikken, men det er like interessant å merke seg hvilken attest miljøvernministeren gir naturvernpolitikken til den foregående regjering, som bar navnet Stoltenberg I-regjeringen. Når det gjelder klimapolitikken, vil jeg for øvrig oppfordre statsråden til å lese den klimameldingen som tidligere miljøvernminister Børge Brende la fram, og antall nye tiltak der med tiltakene i den klimameldingen som Erik Solheims egen regjering har lagt fram. Siden regjeringen foreslår å gjøre nødvergebestemmelsen avhengig av om bestandsmålet er nådd for tre av de aktuelle artene, så er jo spørsmålet: Hvilken kompetanse og hvilket kunnskapsnivå synes miljøvernministeren det er rimelig å kreve av dem som kommer opp i disse situasjonene til enhver tid, det nye regelverket som legges til grunn? Jeg vet ikke om jeg helt skjønte spørsmålet, men hvis det gjelder om en som er i en akutt situasjon, skal kunne lovverket ned til minste detalj, så er det selvsagt ikke det som er ment her, like lite som det er ment på noe annet område i norsk lovverk. Men det å bruke sunn fornuft på basis av lover og regler kommer man i Norge heldigvis veldig langt med. vekker så negative reaksjoner fra Høyre at jeg gjentatte ganger tar fram Børge Brende. Det Børge Brende gjorde, var altså å revitalisere nasjonalparkpolitikken. Her får vi stadig høre at det er altfor mye vern i Norge, og blant det som trekkes fram når det gjelder for mye vern, er nasjonalparkene. Børge Brende startet arbeidet med å verne Trillemarka. Det var vi som gjennomførte det, og Høyre var ikke spesielt ivrige på det, for å si det veldig forsiktig. forsiktig. Jeg tillot meg å henvise til Børge Brendes syn på strandsonepolitikken fra Stortingets talerstol, og det var altså at man skal ha en nasjonal strandsonepolitikk hvor kommunene skal operere innenfor nasjonalt mål satt av Stortinget. Også det skaper åpenbart bekymringer hos Høyre. Min bekymring er at vi ikke lenger kjenner igjen det Høyre vi en gang hadde.

Dagens sak, om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. , er en svært viktig sak som kanskje ikke berører alle i Norge, men for dem den berører, er den av største betydning. Nødvergebestemmelsen er nedfelt i naturmangfoldloven § 17 og sier: «Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person.» Dette gjelder også ved direkte angrep på Ute i distriktene, som f.eks. Hedmark, hvor mye av næringslivet er basert på bufe, jakt og naturopplevelser, oppleves dagens regelverk som meget firkantet, strengt og lite distriktsvennlig. Med mange og store rovdyrangrep er antall bufeholdere blitt betydelig redusert, og muligheten til jaktopplevelser, og da spesielt med hund, har forverret seg mye. Med en stor rovdyrstamme på svensk side med revirer og vandring over grensen er det alltid en relativt stor sjanse for at rovdyrene vil krysse din vei og forringe bolyst, livskvalitet og mulighetene til å drive næring hvor dyr er involvert som en del av næringsinntektene. Også kulturlandskapet gror igjen på grunn av dette. Der det før var beitedyr, som f.eks. sau, har nå krattet tatt overhånd, og landskapet gror som sagt igjen. Enkelt fortalt: Det er stor forskjell på det myndighetene mener, og det som de som lever av og med naturen, mener. Dette resulterer i at deler av distriktene får en befolkningsnedgang, og at forgubbingen vokser. Regjeringspartiene snakker så varmt om at distriktene skal blomstre, og at alle skal få alle typer tjenester uansett hvor de bor, men da må de vise mer handlekraft og Et enkelt eksempel på praktisk politikk er nettopp, slik Fremskrittspartiet ønsker det, å ha en rovdyrpolitikk som distriktene kan leve med. Er det utrydningstruede dyreslag, skal selvfølgelig Norge ta sitt ansvar, men bjørn, ulv og gaupe, som f.eks. mitt hjemfylke plages av, er ikke det.

Lien, vær så god.

ett poeng med seg: Det var veldig viktig å holde kontakt med grasrota, dem som skulle være rundt nasjonalparkene, og de utøverne som lever av naturen. Det klarer jeg altså ikke å se spor av i dag. Sånn er det med den saken. Om det var Vårherre, den samiske gudinnen Maderáhkká eller tilfeldighetene som spilte inn, vet jeg ikke. Men den første telefonen jeg fikk i morges, fikk jeg fra min gode venn er en ung reindriftsutøver som har sitt område på Varangerhalvøya. Han har ikke sett på Stortingets program for å sjekke hvilke saker som skulle behandles i dag, så det var nok ganske tilfeldig at han ringte meg. Frode har heller ikke så stor tillit til politikerne at han ringer i utrengsmål. Derfor var det grunn til å lytte til ham når han tok den telefonen i dag. Frode og partnerne hans flytter i disse dager fra vinterbeite til sommerbeite. I dagevis har de hatt følge av en jerv som de finner regelmessige reinkadavre etter. Jerven tar enten rein rett fra flokken, eller han skremmer simlene slik at de slipper kalven, så dette er dobbelt problematisk. Frode skulle gjerne ha tatt ut akkurat denne jerven, for det irriterer ham litt at han ikke får passet på flokken sin. Ved henvendelse til Statens naturoppsyn får han beskjed om at dette er vanskelig på grunn av usikkert bestandsestimat. Tallene kjenner vi fra debatten her, så dette er litt rart. Men han kan henvende seg til fylkesmannens miljøvernavdeling, får han beskjed om. om. Hos fylkesmannen sier de at dette er vanskelig på grunn av usikkert bestandsestimat, men han kan henvende seg til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet for naturforvaltning sier at dette er vanskelig på grunn av usikkert bestandsestimat. Men hvis det er slik at det blir dokumentert for mange jerv, skal man ta dem ut ved å jakte på hiene om sommeren. På toppen av det hele trøster alle ham med at han jo får rovdyrerstatning, så dette kan jo ikke være så farlig. Frode gjorde meg på det han jo får rovdyrerstatning, så dette kan jo ikke være så farlig. Frode gjorde meg på det vi får kalle en uparlamentarisk måte klar over at han hadde planer om å brødfø familien sin ved å produsere reinkjøtt, ikke ved å få rovdyrerstatning. Her er vi ved litt av problemets kjerne. Det er en veldig avstand mellom den forvaltningen vi har i dag, og de utøverne som er ute, som kjenner naturen og dyrene sine, og som kjenner til hvordan dette skal være. Som jeg sa tidligere i dag, hadde jeg gleden av å være i lag med statsråden da han åpnet Varangerhalvøya nasjonalpark. Der har vi nå fått

Den juridiske kompetansen i regjeringa seier at dette betyr ei utviding av nødverjeparagrafen. Stortingsfleirtalet seier at målet er ei liberalisering av nødverjeparagrafen og får juridiske forsikringar frå regjeringa om at det er det. Og då er det altså, så vidt eg kan lese denne salen i dag, eit samla storting som ynskjer den utvidinga. utvidinga. Når då opposisjonen seier: Kva om vi har rett? Kva om rettsvesenet held fram i same sporet? Då må eg fyrst få lov til å seie at eg har store vanskar for å tru at det skal skje. Men dersom det mot all tru skulle skje, får vi ta saka på nytt. Men eg trur aldri at det kjem til å skje. Når eit samla storting, den lovgivande forsamlinga i landet, seier noko om korleis dette skal lesast, har eg forventingar til at rettsvesenet

jeg, i likhet med statsråden, skeptisk til å fylle landet med skyhøye gjerder, som er et stort naturinngrep, og vil gå på kryss og tvers av landet. Men så er det altså slik, tenker jeg, at et av de viktigste momentene i denne saken er nødverge for hund. Da er det altså slik at retorikken, fra mange arbeiderpartifolk og samtlige senterpartifolk, om denne saken har vært a) at vi skal ha med hund, og b) at det skal bli som i Sverige. I Sverige fungerer dette litt forenklet slik: Man stiller spørsmålet: Er det et rovdyr som vil angripe et dyr, og vil du forsvare det? Prøv å skremme det! Hvis ikke det nytter, kan du skyte det. I Norge er det slik at du må være både jurist, biolog og gjerne også bygningsingeniør for at regelverket skal få noen konsekvens. Først må du vurdere hvilken art som blir angrepet. Så må du vite hvilken rovdyrart som angriper. Så må du vite bestand, både nasjonalt og lokalt, av denne arten. Du må ikke bare vite om dyret er innenfor hegn, men også om det er klassifisert som et rovdyrsikkert hegn. Da må du vurdere i hvor stor grad angrepet er nært forestående. Dersom dyret allerede er dødt, kan du allikevel ikke

representanten Sande som ikke tar sitt mandat på alvor når han, som faktisk sitter i landets lovgivende forsamling, uttaler til Nationen den 8. april: «Det er viktig at vi formulerer merknader til hvordan nødverge kan skje.»

Jeg har vanskelig for å forstå at det finnes så mange dårlige jegere i dette landet at dyr kan utvikle for stor grad av fortrolighet med mennesker når det går på et åte. Da forutsetter jeg faktisk at dyret blir skutt.

på dyrene at man kan avlive. Det er ingen tvil om at man i en så akutt situasjon skal kunne skyte. Det gjelder også ulv. Så når representanten Lien prøver å framstille det som om det ikke er nødverge for ulv, er det selvfølgelig feil. Dette er ikke diskusjonen. Det handler om at man nå kan avlive jerv og gaupe i en mindre akutt situasjon. at det innebærer en liberalisering, sier mye mer om deres vrangvilje enn om lovforslaget. Folk på jakt håndterer langt mer kompliserte bestemmelser enn at det nå blir lavere terskel for å avlive gaupe og jerv, og jeg tror at svært få vil ha behov for å konsultere en jurist for å klare å forholde seg til det. Det å vurdere hva slags art som blir angrepet, f.eks., tror jeg skulle være rimelig greit, du vet gjerne om du har med deg en sau eller en hund ut. Så vil jeg gjerne, om jeg får lov, gi uttrykk for min personlige tvil om hvorvidt det hjelper husdyrene at biskopene ber for dem, som det ble fortalt om tidligere her i dag. Men de forslagene som legges fram i dag, vil hjelpe. Lavere terskel for å beskytte dyrene sine vil selvfølgelig hjelpe. Et lovverk som stimulerer til å sette opp rovdyrsikre gjerder, vil selvfølgelig hjelpe. Skal man ta folk som lever med rovdyr, på alvor – deres «frykt», som det ble referert til her – er man nødt til å holde et høyere debattnivå enn det man har gjort i dag. Det finnes helt legitime bekymringer, hvor man er i tvil om hvorvidt forvaltningen har fulgt opp rovdyrforliket på den måten det var tenkt – helt sikkert saklige innsigelser, ting som fortsatt trenger en avklaring. Hund er et slikt eksempel. Jeg vil gjerne få si at Soria Moria II varsler at Stortinget vil bli invitert til et forlik om nye bestandsmål. Mitt ønske er at man har som utgangspunkt å finne fornuftige, balanserte løsninger, sånn som både Høyre og Kristelig Folkeparti har tradisjon for når det gjelder rovdyr. Tonen i denne debatten og andre debatter gjør at jeg blir bekymret, det gjør at jeg slutter meg til dem som synes det er vanskelig å kjenne igjen det ansvarlige, balanserte, verdikonservative Høyre som vi så da rovdyrforliket ble behandlet i 2004. Nå er det polemikk, nå er det karakteristikker og en helt annen, aggressiv, holdning som gjelder. Det føyer seg inn i et bilde som gjennom debatten i dag framstår som stadig tydeligere, og det er et bilde av et Høyre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

Det som kjennetegner mediesektoren nå, er jo at det er store økonomiske utfordringer i forbindelse med den nasjonale og ikke minst den globale, internasjonale finansuroen. Det de kommersielle aktørene, i motsetning til NRK, merker, er at inntektene svikter, reklamemarkedet svikter. For å møte det foretar mediekonsern etter mediekonsern, og enkeltbedrifter, en ganske betydelig nedbemanning. Det man også ser, er at et programtilbud som er bygd opp av de kommersielle aktørene, som er bygd opp over tid, og som de har brukt mye tid og ressurser på, nå blir redusert, og også forsvinner. Det er i tillegg også en rivende utvikling på den teknologiske sektoren, som er utfordrende for svært mange av de kommersielle selskapene. Midt oppi dette har man da NRK, som er skjermet mot økonomisk usikkerhet, og utgangspunktet for NRK er jo at man ikke skal være en kommersiell aktør, men forholde seg til de lisenspengene man har. Så har jo etter hvert også NRK utviklet seg ganske betydelig på det kommersielle markedet, og er i konkurranse med de kommersielle aktørene. NRK er jo er jo stort, med over 4 mrd. kr i inntekter, og er i så måte en betydelig, stor aktør i forhold til de andre. Jeg var til stede på mediedagene i Bergen sammen med min kollega Ib Thomsen. Det var mye som var interessant der, men jeg vil trekke fram én ting, nemlig det nordiske toppmøtet mellom redaktørene i de nordiske mediekonsernene. Under den debatten pekte direktør Bjerkaas i NRK på at man tok inn bare 100 mill. kr på kommersiell virksomhet. fikk selvfølgelig Alf Hildrum i TV 2 til å si at 100 mill. kr for TV 2 er et enormt stort beløp. Jeg synes bare den meningsutvekslingen og den lille dialogen forteller om størrelsen på NRK oppimot de andre aktørene. Det som også er interessant, er jo at NRK prøver å gjøre noen grep. Nå har gitt avkall på nettreklame, som utgjør bare en bitte liten del av det NRK får av inntekter. Det synes jeg for så vidt er rimelig greit. Men når man samtidig kan lese i media at NRK vurderer en ny lisens, og at de ser på grunnlaget for å få økte inntekter, må jeg si at da skjønner jeg jo mer av det, at det å frasi seg noe de får lite inntekter av, mot å innføre noe nytt som de får enda mer inntekter av, vel er en ganske interessant strategi. Samtidig kan man lese i Dagens Næringsliv i dag at man ber om å få økt lisensen. Med andre ord, man møter altså framtiden med å be om at skattebetalerne, eller lisensbetalerne i dette tilfellet, skal betale enda mer. Det synes jeg er en uryddig måte å opptre på overfor konkurrentene, som opplever en helt annen virkelighet enn å kunne komme til Stortinget og be om politiske vedtak for å få mer penger. Det NRK og Bjerkaas gjør, er i tradisjonell stil å skyve populære programmer foran seg, slik som idrettssendingene fra Ski-VM i Oslo, som forklaring på at man må ta inn disse inntektene. Jeg må også si at jeg reagerer på en del sitater som framkommer i Dagens Næringsliv, bl.a. at NRK er med på å gi det norske folk et rikere liv. Snakk om å være pompøs. Jeg synes det er et utsagn som aldri burde ha kommet fra en kringkastingssjef som altså får over 4 mrd. kr fra seerne rett inn i

mars, med virkning fra høsten 2010. Det betyr at NRKs rolle som aktør i et kommersielt marked blir ytterligere begrenset. En samlet komité tar NRK-styrets vedtak til etterretning. Flertallet i komiteen mener at NRK har forvaltet retningslinjene for adgangen til reklameinntekter på en god måte. Det har gitt NRK muligheter til å utvikle seg og være til stede på ulike teknologiske distribusjonsplattformer som er hensiktsmessige og ikke minst tilgjengelige for publikum. En slik tilpasning er også, etter flertallets syn, viktig, både for å ivareta allmennkringkasterrollen og for ytterligere å utvikle den – som NRK til nå har gjort på en glimrende måte.

forslagsstillerne er det ikke bærekraft nok i det norske reklamemarkedet for flere store kanaler, og det er dermed nødvendig tydeligere å begrense NRKs reklameadgang. Det kan ikke tolkes på annen måte enn at de i realiteten vil fjerne NRKs adgang til reklameinntekter for så å styrke bunnlinjen hos de kommersielle aktørene i reklamemarkedet. Det er et ærlig politisk standpunkt, men da synes jeg de bør si det tydeligere enn de gjør i sine merknader i denne saken. Flertallet i komiteen er ikke på linje med forslagsstillerne. Politikk handler om å nå framtidige politiske målsettinger. Det gjelder selvsagt også når Leser vi merknadene til Fremskrittspartiet i innstillingen til statsbudsjettet, registrerer vi at Fremskrittspartiet har et langsiktig mål om å fjerne lisensavgiften, og at NRK skal likebehandles med andre aktører innenfor kringkasting. Det er betryggende at de så langt er alene om å ha dette standpunktet. Men vi vet at privatisering står sterkt også i Høyre. Landsmøtet i helgen ga mange signaler om at det vil bli en prioritert målsetting å privatisere på samfunnsområder. I et tenkt regjeringssamarbeid mellom de to mest privatiseringsvillige partiene her på Stortinget er det derfor svært sannsynlig at NRK vil bli privatisert, og dermed opptre som en ren kommersiell aktør i det norske framtidige medielandskapet. Hvilke konsekvenser kan dette få når vi skal forme framtidens mediepolitikk, og også sikre et bredt medietilbud til den norske Kulturdepartementet har fått utredet konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK. Utredningen er tilgjengelig på departementets hjemmesider. Det er verdt å se på noe av det som NRKs inntreden i det kommersielle kringkastingsmarkedet vil medføre dramatiske og uforutsigbare endringer og det er usannsynlig at alle dagens aktører kan ha samme aktivitetsnivå som i dag. Det er usannsynlig at markedet alene vil tilføre NRK ressurser av samme omfang som i dag. Ved reklamefinansiering av NRK vil TV 2 få konkurranse fra NRK også i reklamemarkedet. Det setter TV 2 i en usikker situasjon. Derfor synes det merkelig at Fremskrittspartiet i denne saken frykter at NRK skal få ta del i noen ekstra reklamekroner, når man i realiteten legger opp til at NRK skal slåss sammen med andre om hver eneste krone i et framtidig reklamestyrt marked. I en slik kamp blir det mange tapere. Flertallet i komiteen vil ikke være med på en slik nedbygging av det gode og allsidige allmennkringkastingstilbudet vi har i Norge. Flertallet vil derfor heller ikke støtte forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet i denne saken.
I lys av at flere i opposisjonen, bl.a. sakens ordfører, ønsker å avskaffe NRK-lisensen og erstatte den med reklamefinansiering, er dette en litt spenstig debatt. Som representanten Simensen nevnte før meg, hadde en privatisering av NRK ført til en støvsuging av hele reklamemarkedet. Det er begrenset med annonseinntekter i Norge, og det er jo nettopp dette som er opposisjonens eget poeng, som gjentas i merknadene. En privatisering av NRK vil føre til et mindre mediemangfold i Norge. Som sakens ordfører nevnte, har NRK tatt denne saken i egne hender og bestemt seg for å fjerne reklamen på sine nettsider. Fra i høst kan vi alle trykke oss inn på NRK.no og nyte en side uten reklame. Jeg vil likevel benytte anledningen til å si noen ord om hvorfor det er viktig med en

Dette er selve grunnideen med NRK – en kanal med kvalitet, med samfunnsansvar, finansiert av fellesskapet og dermed på ikke-kommersielle premisser. Det kan ikke være tvil om at NRK holder høy kvalitet, og jeg vil hevde at akkurat det sikrer høy kvalitet også i andre tv-kanaler og hos andre medieaktører. Igjen vil jeg vise til Omdal i Stavanger Aftenblad, som sier: «Kommersielle fjernsynskanaler kan være riktig gode, noe TV 2 jevnlig er, men det er fordi de strekker seg mot kvaliteten til de lisensfinansierte konkurrentene. Ta vekk denne konkurransen, og kvaliteten vil synke mot det kommersielle balansepunktet hvor forskjellen mellom utgifter og inntekter er størst mulig. Alle som har sett italiensk fjernsyn,

Overgangen til ny teknologi og utvikling av nye digitale plattformer representerer store utfordringer for mediebedriftene. Utviklingskostnader, dramatisk tøffere kamp om annonsekronene og sterkt endrede brukervaner utfordrer i dag mediemangfoldet som vi har kjent det frem til nå.

som i kraft av sin offentlige finansiering var mindre utsatt enn konkurrentene, sto frem som en potensielt farlig konkurrent til de private aktørene. Konvergensen på medieområdet tilsier at vi må forvente at stadig mer av mediehverdagen vil bli å forstå som nettbasert. Argumentene for reklameforbudet på vanlige tv-sendinger vil derfor i stadig sterkere grad også gjøre seg gjeldende for den nettbaserte Høyre mener derfor det er nødvendig å se på reklamereglene på nytt, med sikte på at også NRK på nett skal være reklamefri. Det er viktig å legge denne føringen nå mens vi er relativt tidlig i utviklingen og nettannonsering ikke representerer veldig store beløp for NRK. Ut fra det vi snakker vi om 15–20 mill. kr det siste året. NRK har heldigvis selv forstått dette og derfor på eget initiativ stanset reklamesalget på nettet. Det mener Høyre er et klokt trekk, som over tid vil styrke legitimiteten til NRKs Høyre mener imidlertid at det er naturlig at prinsippet om reklamefrihet knesettes i regelverket – også for nettutgavene. Dette er en del av de rammebetingelsene det ligger til eier å fastsette – ikke en frivillig praksis NRKs styre til enhver tid selv velger. Prinsippet om reklamefrihet bør ligge fast i NRKs digitale formidlinger generelt. I den utviklingen vi nå er inne i, bør dette prinsippet fastsettes på et overordnet plan, nemlig i regelverket. Vi opprettholder derfor forslaget om at regjeringen må bidra til at slike regelendringer skjer. Presidenten tror kanskje at representanten Håbrekke så vidt rakk å be om ordet før statsråden får det. Da skal representanten Øyvind Håbrekke få ordet til et 5 minutters innlegg før statsråd Huitfeldt. etterpå. Lien, vær så god.

mediepolitiske utviklingen vi ser. Når det gjelder saken vi her har til behandling, om NRKs adgang til reklame på sine nettsider, er Kristelig Folkeparti også enig i at NRK har fattet et klokt vedtak. Det er er grunnen til at vi ikke ønsker å stemme for forslaget som ligger til behandling. NRK har fattet en klok beslutning som vi er glad for, og som nå legges til grunn som en del av selskapets strategi. NRK skal være en reklamefri sone. Samtidig ser vi at NRK har benyttet en betydelig andel av

som ikke finansieres via lisens, og som konkurrerer med NRK om de samme reklameinntektene, som flere har vært inne på. Kristelig Folkeparti tok for øvrig opp denne problemstillingen allerede i 2007, da kringkastingsmeldingen ble behandlet. NRKs allmennkringkastingstilbud skal være ikke-kommersielt i sin natur – det er jo nedfelt i NRK-plakaten. Jeg er tilfreds med at NRK selv har tatt initiativ til å stramme opp sin strategi på dette området, og det tror jeg også NRK vil være tjent med i det lange løp. Det var klokt av presidenten å gi ordet til Håbrekke før han ga ordet til meg. Håbrekke kunne for så

Departementets forslag til regulering av NRKs kommersielle virksomhet samlet et bredt flertall bestående av alle partier unntatt Fremskrittspartiet og Venstre den gangen. NRKs adgang til reklameinntekter er jo veldig regulert i kringkastingsloven med tilhørende forskrifter og i NRKs vedtekter, i samsvar med de føringene Stortinget har gitt. Blant annet ble NRKs adgang til å sende reklame på

og styret har nylig valgt å avstå fra reklame på eget nettsted. Jeg mener allikevel at det er svært gode grunner til at NRKs adgang til å sponse visse programmer bør videreføres. Dette gjør det bl.a. mulig for NRK å være med på å by på tunge sportsrettigheter. Når vi nå i den siste tiden har sportsbegivenheter går over til kommersielle kanaler, som man må betale mye for, synes jeg det er viktig at en allmennkringkaster har anledning til å vise store sportsbegivenheter på norsk fjernsyn. Det er avgjørende for legitimiteten til NRK og kringkastingsavgiften at publikum oppfatter selskapets programtilbud som vesentlig og attraktivt. Et NRK som ikke tilbyr populære sportsbegivenheter, vil trolig oppleves som mindre vesentlig. Det må også være lov å stille spørsmål om hvorfor denne saken kommer opp nå. Ved behandlingen av digitaliseringsmeldingen stilte Høyre seg bak flertallet. En av forslagsstillerne, Olemic Thommessen, var den gang sågar saksordfører for komiteens behandling av meldingen. Høyre sluttet seg altså den gang til de rammene som i dag gjelder for NRKs reklame- og sponsorinntekter. Høyre har nå, knappe tre år etter at Stortinget behandlet denne saken sist, funnet det for godt å endre standpunkt. De er enig med Fremskrittspartiet. Forslagsstillerne peker på at mediesektoren opplevde betydelige utfordringer under finanskrisen. Jeg ser også at store deler av mediesektoren i dag møter store utfordringer. Men ettersom Korsberg refererer taler som ble holdt under mediedagene i Bergen, var det ett foredrag der av vesentlig karakter som viste at det jo er fjernsynet som i framtiden har størst mulighet til å overleve. Det er andre deler av mediebransjen som først og fremst er rammet av dette. Ifølge tall fra ACNielsen har det vært vekst i omsetningen av fjernsynsreklame hvert år siden 2002. Problemet for NRKs kommersielle konkurrenter består snarere i at disse nå taper markedsandeler til utenlandske nisjekanaler. Det er der utfordringen ligger. Det er dermed ikke riktig å påstå at NRKs beskjedne inntekter fra sponsing har vesentlig betydning for norske kommersielle kanalers bunnlinje. Jeg kan for min del ikke se at det er behov for en ny, grunnleggende gjennomgang av NRKs adgang til reklameinntekter nå. De er

interessant, er jo de utspillene som har kommet fra NRK når det gjelder andre måter å skaffe seg inntekter på, bl.a. ved å vurdere en ny lisens. Der sier man at det er viktig å finne flere måter å finansiere NRK på, og stadig flere forbrukere tar inn fjernsyn via mobiltelefoner og datamaskiner istedenfor via vanlige

slik i dag at hvis man ser nett-tv på NRK, er det ikke noe man betaler, utover lisensavgiften. Så jeg mener at NRKs regelverk på dette området er svært strengt. Det bør imidlertid bekymre representanten Korsberg at konsekvensen av Fremskrittspartiets politikk, med en betydelig privatisering av NRK, er belyst ganske grundig. Er det noe som kommer Så det at vi har et lisensfinansiert NRK, bidrar til økt konkurranse på mediesektoren og til at vi får flere kommersielle aktører i Norge enn det vi ellers hadde hatt. Flere har ikke bedt om ordet til replikk … – Det har representanten Korsberg gjort, og han får
Takk, da vil jeg virkelig benytte anledningen. Jeg merket meg jo det svaret jeg fikk fra statsråden på spørsmålet mitt. Jeg skal ikke kommentere akkurat den privatiseringen av NRK, for det er ikke det som er temaet for debatten i dag. Men jeg merker meg jo også at departementet, når det gjelder forbrukere som tar inn fjernsyn via mobiltelefon og datamaskiner, istedenfor alminnelige tv-apparater, sier: «Nordmenn skal egentlig også punge ut hvis de ser fjernsyn på datamaskinen, ettersom kringkastingsavgiften i utgangspunktet er knyttet til hvorvidt man har et apparat med fjernsynsmottager.» Dette melder Kulturdepartementet. Hvorfor får man da et avvikende svar i denne sal på det spørsmålet? Jeg svarer i samsvar med det

av media når det gjelder radio og TV, synes jeg det er litt interessant å registrere at her opptrer kulturministeren som eier av NRK, som en sterk regulator av NRK og som en sterk regulator av markedet. statsråden det er uproblematisk, all den tid det kommer ganske skarpe signaler fra andre aktører i markedet der de peker på den hybridfinansieringen som skjer når det gjelder NRK, og at den er i strid med det som i utgangspunktet var vedtektene for NRK, at det skulle være lisensfinansierte radio- og

og det å behandle klager i enkeltsaker. Men når det gjelder de spørsmålene som representanten her stiller, mener jeg at de håndteres på en god måte. Så må jeg også legge til at jeg hører at privatisering av NRK ikke er tema her i dag. Men de interessante spørsmålene er jo hva som skjer hvis reklamemarkedet blir støvsugd, slik Korsbergs forslag i realiteten vil føre til. Da blir det mindre konkurranse og færre alternativer og færre kommersielle

en økning av dopingdosene. Det skjer mye i mediene om dagen. Det skjer mye i mediebildet. Det er store nedbemanninger i TVNorge. Der ser vi at de har kuttet ut nyhetssendingen. TV 2 kutter i debattprogrammene, og nå diskuterer vi hva som er reklame i NRK. NRK påstår at sponsing fra private aktører med reklameplakater over skjermen ikke er reklame. De kaller det sponsing. Nå omsetter TV 2 like mye reklame som de gjorde for ti år siden. Ser man inn i krystallkulen, ser man ikke en TV 2-økonomi hvor reklameinntekter bærer alle kostnader. Det er ingen tjent med. I 2000 utgjorde reklameinntekter 92 pst. av kanalens samlede inntekter. Nå utgjør reklameinntektene kun 60 pst. av inntektene til TV 2. I fjor tapte TV 2 om lag 400 mill. kr på reklame i forhold til året før. Det er klart at her er det mange som slåss om reklameinntektene. Men det gjør også NRK. TV 2s framtidige inntekter henger også sammen med resultatet av forhandlingene som TV 2 nå fører med staten. Jeg har forstått at TV 2 og staten ikke er blitt enige om vilkårene som skal danne grunnlaget for at TV 2 får status som en formidlingspliktig allmennkringkaster. I hele vår har TV 2 vært i samtale med Kulturdepartementet, men hva er det som må utredes, og hvorfor får vi ikke noe svar? Hvorfor får vi ikke vite noe om hva som er problemstillingen? Når blir det en avtale med TV Når skal dette deles med Stortinget? Når skal Stortinget informeres? Det sitter sikkert mange aktører der ute som er spent på resultatet. Kan TV 2 leve uten en avtale, spør man seg. Må TV 2 fortsatt være i Bergen? Det er også et interessant spørsmål. Får de det som de vil, kan en liten forskriftsendring sørge for at TV 2 får en merinntekt kr. Det skal kreves inn gjennom kabelselskap som Get og Canal Digital. Pengene skal kreves inn fra alle kunder som er tilknyttet et kabelselskap. Dette blir en ny kringkastingsavgift når man ikke får ryddet opp i dette området. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Da skulle vi være klar til å gå til votering.

tid er

siste

det gjelder å

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten har Øyvind Korsberg satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om regulering av NRKs adgang til reklameinntekter.» Det voteres alternativt mellom dette forslaget og

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er